fra Venstres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten André N. Skjelstad i tiden fra og med 3. mars til og med 5. mars fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Tor André Johnsen fra og med 3. mars og inntil videre fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Christian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 vedtatt. Presidenten vil foreslå Sverre Myrli og Hans Andreas Limi. – Andre forslag foreligger ikke, og Sverre Myrli og Hans Andreas Limi anses enstemmig valgt som settepresidenter for dagens møte. Før sakene på dagens kart

16. Vi som er født i Stavanger, har til alle tider fått tilnavnet siddiser. Det har endret seg de siste tiårene. Unge i Stavanger nå får tilnavnet oljeunger. Om det er fordi vi bader i olje, drukner i olje eller har olje konstant på maten, kan en jo velge selv, men referansen er tydelig: De oppvoksende generasjoner i Stavanger er, om de vil eller ikke, farget av byens oljerikdom. Jeg må vel innrømme at selv jeg er en oljeunge. Denne oljeungen ble 30 år i går. Og når en legger 20-årene bak seg og begynner å dra på årene, blir slike jubileer, når de dukker opp, en tid for refleksjon. I 1985, det året jeg ble født, var året de første estimatene sa at Ekofisk-feltet ville gå tomt – kun 15 år etter at produksjonen startet. Det ble antatt at utvinningsgraden ville være 16–19 pst. Selv optimistenes forventninger har blitt gjort til optimistenes forventninger har blitt gjort til skamme: I dag er perspektivet for Ekofisk-feltet en utvinningsgrad på 50 pst., og produksjonen er ventet fram til år 2050. Men selv om perspektivet for oljealderens varighet mildt sagt var kort, hadde en et langsiktig perspektiv på forvaltninga av inntektene fra «oljå». Produksjon av olje produksjonen er ventet fram til år 2050. Men selv om perspektivet for oljealderens varighet mildt sagt var kort, hadde en et langsiktig perspektiv på forvaltninga av inntektene fra «oljå». Produksjon av olje og gass var ikke produksjon i tradisjonell forstand, men en omplassering av formue, fra petroleumsformue til finansformue. Akkurat dette ble først formulert av Tempoutvalget, som fikk i oppdrag å utrede «alle forhold som er av særlig betydning for vurderingen av oljeinntektene. Veien derfra kjenner vi godt. I 1990 vedtar Stortinget loven om fondet. I 1996 får fondet den første overføring fra Finansdepartementet. Verdien er på 43 mrd. kr. I 2013 passerer fondet 5 000 mrd. kr. Og nå – jeg sjekket NBIMs nettsider i går – er fondet på 6 750 mrd. kr. Man har gått fra bare å investere i obligasjoner til å åpne for aksjeinvesteringer, og senere investeringer i eiendom. Det er vedtatt etiske retningslinjer for fondet, og en har blitt tydeligere som eier. Skritt for skritt har en gradvis justert og forbedret forvaltningen av fondet. Statens pensjonsfond utland er eid av det norske folk. Det skal vare i generasjoner, og derfor har vi ikke vært likegyldige til hvordan fondet investerer. I motsetning til andre oljenasjoner med lignende fond er Norge et demokrati og har derfor brede og åpne debatter som har fulgt utviklinga av fondet. I høstens budsjettforlik mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene baner en vei for et nytt steg for fondet. I merknadene står det at en skal komme «tilbake til spørsmålet om det skal åpnes for at Statens pensjonsfond utland kan foreta unoterte investeringer»

spørsmålet om Stortingets ønske om åpenhet rundt fondet, og om dagens organisering av kontroll og tilsyn med fondets virksomhet nå er moden for en helhetlig gjennomgang – et tema som er blitt ytterligere aktualisert av den nevnte flertallsmerknaden. For samtidig som vi videreutvikler forvaltninga av fondet, må også tilsynet, kontrollen og åpenheten rundt fondet utvikles. Kun sånn sikrer vi at de brede og åpne debattene kan fortsette, og kun sånn sikrer vi at det norske folk fortsatt får eierskap til fondet. Som alt annet rundt Statens pensjonsfond utland har Norges Bank og NBIMs system for styring, kontroll og tilsyn vært gjenstand for gradvis justering og forbedring parallelt med fondets utvikling. Men fra tid til annen vil det også være behov for en grundigere helhetlig gjennomgang av disse systemene. Arbeiderpartiet mener nå at det er på tide at en tar en ny helhetlig gjennomgang. Målet i dag er ikke å tegne opp den nye strukturen, men å sette i gang en prosess. Det er mer enn den nevnte merknaden som aktualiserer dette. For det første: Det er et stadig voksende fond med en mer omfattende forvaltning: Antall selskaper, bransjer og markeder en er investert i, øker, en har i det en har i det siste nå utvidet miljømandatene, som er komplekse, en har innlemmet Etikkrådet i Norges Bank sin struktur, og en har større ambisjoner om å delta aktivt som eier. Det er en ønsket utvikling, men den setter også press på kontroll- og tilsynsfunksjonene. For det andre viser erfaringa med å åpne for eiendomsinvesteringer at det følger store utfordringer med å utvide investeringsuniverset. NBIM har tatt tiden i bruk og ikke forhastet seg. Sånn har en underveis høstet erfaringer og rettet på kursen deretter, men selv med en sånn tilnærming har en støtt på utfordringer. Vi kjenner til debatten og spørsmål rundt opprettelse av datterselskaper, beskatning og forhold rundt skatteparadiser. Det er heller ikke til å legge skjul på at eiendom er ressurskrevende administrativt og stiller fondet overfor en ny type utfordringer når en skal ivareta åpenhet rundt investeringene. Og nå til sist – vurderinga av å åpne for unoterte investeringer. Og nå til sist – vurderinga av å åpne for unoterte investeringer. Formel 1-saken, eller rettere sagt investeringa i Delta Topco, viser kompleksiteten i denne typen investeringer og hvilke utfordringer en vil stå overfor om en ytterligere utvider investeringsuniverset til fondet. Igjen kan stikkord som skatteparadiser og åpenhet nevnes. Jeg kritiserer ikke de investeringene som er gjort, og de valgene som er tatt. Stortinget har stått samlet bak utviklinga av fondet. Men skal vi sikre den brede og åpne debatten, og skal vi sikre at det norske folk føler eierskap til fondet, er det viktig å få fram at den økende kompleksiteten fondet har fått, setter oss overfor nye utfordringer. Jeg tror neste skritt vil være å få en helhetlig vurdering av om kontroll- og tilsynsfunksjonene også er innrettet optimalt, og hvordan en samtidig kan styrke arbeidet med åpenhet rundt forvaltningen. Som sagt tidligere: Målet med denne interpellasjonen er ikke å tegne opp den nye strukturen, men å sette i gang en prosess. Jeg ser fram til finansministerens svar og den påfølgende debatt. Regjeringen sa i Sundvolden-plattformen at rammeverket som er

og at et stortingsoppnevnt representantskap fører tilsyn med bankens virksomhet, herunder forvaltningen av fondet. I meldingen om Statens pensjonsfond, som ble lagt frem våren 2010, Meld. St. 10 for 2009–2010, ble alternative forvaltningsmodeller drøftet. Det ble lagt vekt på at disse burde legge til rette for profesjonell og kostnadseffektiv forvaltning, angi klare ansvarslinjer og forutsigbare rammebetingelser, legge til rette for god kommunikasjon mellom oppdragsgiver og forvalter og mellom forvalter og allmennheten, bidra til at det er sammenfallende interesser mellom eier og forvalter, være robust overfor fremtidige utfordringer, bl.a. stadig større fond, større eierandeler i enkeltselskaper og en mulig utvikling i retning av illikvide aktiva med større styringsutfordringer, ta hensyn til fondets rolle som instrument i finanspolitikken og ta hensyn til forhold som har vært viktige i den internasjonale debatten omkring statlige investeringsfond, og reflektere det som regnes som beste praksis internasjonalt. Det er krevende å lage en forvaltningsmodell som ivaretar alle disse hensynene på en god måte. Vurderingen den gang var likevel at dagens modell har fungert godt. Finansdepartementet skrev samtidig at en ved behov ville foreta ytterligere justeringer for å videreutvikle organiseringen av Norges Bank, i tråd med beste internasjonale praksis. Det er samtidig en løpende utvikling i den viktige oppgaven med å forvalte SPU. Fondet vokser, eiendomsforvaltningen er under oppbygging, og vi har sagt at det skal utredes om det skal åpnes for investeringer i unotert infrastruktur. Vi må være åpne for at behovet for å delegere mer til Norges Bank vil øke i takt med at forvaltningen videreutvikles. Unoterte investeringer stiller nye krav til forvaltningen. Det er bl.a. mindre åpenhet rundt unoterte investeringer enn noterte investeringer. Avkastningen er også vanskeligere å måle enn i Det understreker at det er behov for en god styringsmodell og et godt system for tilsyn og kontroll. Regjeringen mener at styrings- og kontrollstrukturen for Norges Bank må utvikles i takt med de oppgavene banken tildeles. Representanten fra Arbeiderpartiet spør om jeg vil gå gjennom kontroll- og tilsynsfunksjonene for å vurdere om disse ivaretar behovet for kontroll og tilsyn med fondets virksomhet. Det er viktig å understreke at Norges Bank har et selvstendig ansvar for å videreutvikle og tilpasse sin interne organisering til de oppgaver som banken er satt til å utføre. Dette er noe jeg følger med på i den løpende oppfølgingen av Norges Banks arbeid, og som jeg vil holde Stortinget orientert om. Jeg vil også komme tilbake til behovet for eventuelle ytterligere tiltak for å styrke de styrende organer i Norges Bank. Bank. Jeg har i den forbindelse merket meg at representanten Tvedt Solberg peker på dagens ordning med representantskapet. Tvedt Solberg spør også om jeg vil gjennomgå åpenheten rundt forvaltningen av fondet sett opp mot ambisjonene for åpenhet satt av Stortinget. Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for å bevare befolkningens tillit til forvaltningen av fondet. Forutsetningen om åpenhet er eksplisitt reflektert i forvaltningsmandatet, der det heter at det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvalteroppdraget. Videre er det over tid satt nye krav til hva Norges Bank skal rapportere om. Ett eksempel er at kravene til rapporteringen om arbeidet med ansvarlig forvaltning nylig er utvidet. Rapporteringen skal omfatte hvordan prinsippene for arbeidet med ansvarlig forvaltningsvirksomhet er integrert i forvaltningen, herunder bruken av virkemidler og virkningen av eierskapsarbeidet. Banken er også meddelt at det er forventet at den skal rapportere om dialogen med enkeltselskaper på egnet måte. Det er videre presisert at banken skal gi en særskilt redegjørelse for investeringer i fremvoksende markeder og fornybar energi. I tillegg til Norges Banks rapportering om SPU rapporterer representantskapet årlig til Stortinget om sitt arbeid. Jeg har for øvrig merket meg at representantskapet siden 2014 har etablert en praksis med å offentliggjøre protokollene fra sine møter. Etter mitt syn er offentlighetens muligheter for å vurdere forskjellige sider ved forvaltningen av fondet godt ivaretatt gjennom offentlig tilgjengelig informasjon, men som representanten Tvedt Solberg også selv sa i sitt innlegg, kommer jo snart meldingen om Statens pensjonsfond utland til Stortinget, hvor regjeringen får anledning til å presentere ulike spørsmål, ulike redegjørelser, for Stortinget, og derigjennom diskutere både eksisterende og nye utfordringer med Stortinget.

målet er at man skal ha den beste praksisen internasjonalt. Ja, det er krevende. Ja, man må jobbe løpende med dette. Men skal målet være nettopp beste praksis internasjonalt – skal man klare å sikre den brede og åpne debatten i Norge, ikke minst at det norske folk føler eierskap – må man jobbe med Finansministeren nevnte at unoterte investeringer kommer til å være krevende. Det kommer til å bli en spennende del av stortingsmeldinga som kommer senere i vår. Derfor synes jeg det var viktig å komme den debatten litt i forkjøpet. Jeg merket meg at finansministeren hadde merket seg det jeg sa i innlegget om at man må se grundig på dette. Som jeg sa i hovedinnlegget mitt, tror jeg at neste skritt må være at vi får en helhetlig vurdering av om kontroll- og tilsynsfunksjonene er innrettet optimalt. Jeg er spent på hva som kommer i meldinga, og vil følge det nøye. Det tilligger jo Stortinget å starte en slik prosess, og jeg oppfattet at finansministeren ser på denne interpellasjonen som starten på en slik prosess. Jeg er videre spent på kommentarene fra noen av de andre partiene. Jeg vet at finansministerens samarbeidspartier er i Nydalen og derfor ikke til stede her i dag, dessverre, men dette er et tema som også andre partier i Stortinget har vist interesse for tidligere. La meg bare understreke at jeg er

hvert eneste år, og det er derfor meldingen som snart kommer til Stortinget, er viktig. Det er et viktig verktøy for god dialog mellom regjering og storting om videre utvikling av forvaltningen av fondet. Jeg mener at noe av det som har gjort forvaltningen god, ligger alltid tilstedeværende iver etter å danne bred enighet om videreutviklingen av fondet. Det er viktig å løpende diskutere flere av spørsmålene som interpellanten reiser. Det handler selvfølgelig om hele tiden å ha fokus på organiseringen av banken, slik at vi til enhver tid har det vi mener er den beste måten å løse oppgaven på. Da blir også tilsynsfunksjonene vesentlige. Det er også viktig med jevne mellomrom å sjekke ut om vi har organisert på en riktigst mulig måte, og selvsagt kriteriene for forvaltning – viktige spørsmål. Det som samtidig har vært viktig, er den svært brede enigheten som vi aldri har avveket fra i Stortinget, som handler om hva fondet skal være, og hva det ikke skal være. Det danner en betydelig grad av forutsigbarhet for fondet i dets virksomhet og i dets møte med store, viktige markeder internasjonalt. Det at vi har evnet å holde fast på noen helt grunnleggende prinsipper i vår videreutvikling av dette, gir fondet troverdighet, og sammen med den betydelige grad av åpenhet som ligger rundt fondet knyttet til de etiske retningslinjene, gir det også et veldig godt rammeverk ute,

betydelig eldre, som jo alltid bekymrer oss for ett eller annet, ikke minst fremtiden til de unge. Derfor er dette en bra interpellasjon, for dette er en av bærebjelkene i vårt fremtidige velferdssamfunn. Det er bare å se på de årlige budsjetter og hva som tilføres budsjettene av penger og ressurser fra oljefondet. Derfor er det fra Høyres side liten

investeringsporteføljen i områdene inn på unoterte porteføljer og hva det måtte være. Men det er også en langsom prosess som varsles etter hvert i meldingene, og som Stortinget etter hvert greier å stå samlet om. Det er riktig som interpellanten også sier, at han kritiserer ikke det som har vært, det ville da også ha vært underlig, siden hans parti veldig lenge har sittet i regjering og stått for dette, men han understreker at man står samlet. Jeg tror et hovedpoeng fra Høyres side nettopp må være at dette må være en langsom prosess som må stå i forhold til hvordan forvaltningen endrer seg. Derfor er jeg litt i stuss over hva interpellanten egentlig mener når han snakker om en mer helhetlig gjennomgang. For vi har en helhetlig gjennomgang hvert år når dette legges frem, og spørsmålet er da: Mener man at det skal være en helhetlig endring? Det er nemlig noe helt annet. Jeg føler at de gjennomgangene vi har, er bra. De er helhetlige, men de endrer seg veldig smått, og kontroll- og tilsynsregimet må endre seg på samme måten. Vårt organ for å føre tilsyn er, som finansministeren helt riktig peker på, Norges Banks representantskap. Der får vi også de årlige finansministeren peker på at protokollene er åpne. Men det er ingen tvil om at etter hvert som fondet vokser, etter hvert som det brer seg ut på flere investeringsområder, kreves det ikke bare kompetanse i forvaltningen, men det vil jo kreves kompetanse hele veien i kontroll- og tilsynssystemet. Det er en oppgave for Stortinget å sørge for at man har den nødvendige kompetansen. Jeg sier ikke at den ikke finnes, jeg bare sier at det er en forpliktelse til å sørge for at den finnes, for å føre det nødvendige tilsynet. Det er som vanlig ikke de store revolusjonære endringer fra Høyres side. Jeg tror at ikke minst på dette området bør vi gå langsomt frem helt fra forvaltningsområdene og opp til kontroll og tilsyn. Det er ikke bare for vår egen del, det er også fordi dette fondet betraktes fra utsiden. Det er en stor aktør i de internasjonale finansmarkeder. Derfor må det være veldig forutsigbart det vi foretar oss. Jeg vil gratulere interpellanten med dagen og takke ham for å reise en veldig viktig sak. Representanten oss. Jeg vil gratulere interpellanten med dagen og takke ham for å reise en veldig viktig sak. Representanten Flåtten sa at det ikke var «de store revolusjonære endringer» Høyre ville ta til orde for i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Det hadde vel heller ingen forventet. Men finansministerens parti har en bedre historikk enn Høyre på dette området og var i sin tid med på å innføre de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland, og jeg har forhåpninger om at det fortsatt skal være mulig å motivere finansministeren til å være enda mer aktiv. Finansiell åpenhet er ikke bare et spørsmål om at SPU, som forvalter enorme verdier – 6 750 mrd. kr, sa Tvedt Solberg nå var siste oppdatering – på vegne av det norske fellesskapet skal skikke seg Det er også et spørsmål om hvordan vi skal te oss internasjonalt i møte med en av verdens aller største utfordringer, nemlig ulovlig kapitalflyt, skatteunndragelse og korrupsjon. Svært mye av verdens urettferdige ulikhet er helt avhengig av illegitime og ulovlige strømmer av kapital for å kunne opprettholdes. I Russland f.eks. er det et hundretalls personer som står for om lag 35 pst. av eierskapet til hele landets økonomi. Det ville ikke vært mulig uten å bruke illegitime og skjulte mekanismer for å flytte penger som det skulle vært skattet av, og som skulle vært oppgitt, og som det skulle vært åpenhet rundt. All den tid den ulovlige kapitalflyten ut av utviklingsland langt overgår verdien av samlet bistand – den er mange ganger større – og også overgår verdien av utenlandsinvesteringer, er ikke dette bare en teoretisk problemstilling om åpenhet og gode idealer og etikk, det er et spørsmål om hvorvidt våre investeringer i det hele tatt skal bidra til en positiv utvikling. Etter hvert som fondet vokser, og områdene fondet skal investere i, utvides, blir det så klart stadig mer utfordrende også å holde tilsyn med fondets virksomhet.

eier, eller har en eierandel i, i flere land mistenkes for det jeg vil kalle regelrett bandittvirksomhet, av en art som ikke nødvendigvis omfattes av de etiske retningslinjene, men som likevel er svært alvorlig. Norge eier f.eks. en betydelig andel av selskapet Lonmin, som har vakt stor oppsikt i vinter i Sør-Afrika, da det ble oppdaget at milliarder av kroner har blitt internfakturert ut av landet og til skatteparadiset Bermuda.

at bare noen få mennesker i selskapets egen administrasjon fullt ut kan gjøre rede for hvordan pengestrømmene egentlig er. Så én ting er at fondets størrelse i seg selv og de nye markedene og områdene fondet skal investere i, er et selvstendig godt grunnlag for en gjennomgang av den typen interpellanten tar opp. Men også fordi ulovlig flyt av kapital allerede er en av vår tids største utfordringer, må det gjøres et Vi trenger ikke bare å gjennomgå dagens tilsynsfunksjoner og åpenhet, det er mer vi kan gjøre allerede i dag, og som Stortinget ikke burde ha problemer med å vedta. For det første må et minstemål være at Norges Bank ikke selv bidrar til skatteparadiser og hemmelighold. At SPUs eiendomsinvesteringer i stor grad skjer fra Luxembourg og Delaware, to av verdens viktigste skatteparadiser, er helt uakseptabelt, og det reduserer både NBIMs og Norges mulighet til positivt å påvirke andre land og aktører. Dette må ta slutt, og det kan Stortinget bestemme allerede i vår. For det andre kan skatteuredelighet være et selvstendig grunnlag for uttrekk – det må vurderes i vår og for det tredje kan Norge hjelpe verdens selskaper å oppnå en helt nødvendig åpenhet overfor fattige land ved å innføre den helt nødvendige utvidelsen av land-for-land-rapporteringen som den rød-grønne regjeringen fikk på plass. Det må det også være mulig å stable opp et flertall for i Stortinget i vår.
SPU så langt. Interpellanten reiser i sin interpellasjon mange spørsmål om dagens organisering – kontroll, åpenhet om fondets virksomhet og om den er moden for gjennomgang. Gjennom en rapport utarbeidet av Norges Bank som er kalt «Ansvarlig forvaltning 2014 – Statens pensjonsfond utland», en rapport på hele 76 sider, som for øvrig er utarbeidet helt på eget initiativ og tar opp i seg de fleste spørsmål reist av interpellanten, viser man samtidig at sentralbanken har stort fokus på nettopp åpenheten. Finansministeren var innom at representantskapet siden 2014 har valgt å offentliggjøre protokollene fra sine møter, noe som også bidrar til – i mine øyne – stor åpenhet fra Norges Banks side. Vi kan i rapporten lese om sentralbankens fokusering på nettopp verdien av videreutvikling av kunnskap på en rekke områder – også de som er reist her i dag. Sentralbanken har satt dette på dagsordenen, og det står i rapporten både tydelig og greit at dette er noe man virkelig vil sette i førersetet. Videre har vi i dag fått høre at finansministeren tar interpellantens spørsmål på største alvor og følger med i utviklingen, og at Stortinget til enhver tid bør være orientert om deres arbeid. Jeg vil påpeke, som også finansministeren har gjort her i dag, at det er Norges Bank som har ansvaret for å videreutvikle og tilpasse sin interne organisasjon, noe jeg har full tillit til at Norges Bank vil gjøre. Jeg kan bare igjen vise til rapporten som er utarbeidet av Norges Bank, og anbefaler at man leser den nøye – og ser at banken har stort fokus på spørsmålene som er reist i interpellasjonen her i dag.

dag. Først av alt takk til interpellanten for å reise denne debatten. Takk også til finansministeren for et grundig svar. For Venstres del har vi vært opptatt av både etikk- og miljøkriterier når det gjelder plasseringene til Statens pensjonsfond utland, og det er viktig å ha en løpende debatt i Stortinget om det.

to forhold jeg har lyst til å peke spesielt på når det er snakk om åpenhet og kontroll. Det ene er veksten i fondet, som jo er stor. På et eller annet tidspunkt vil det innebære en kapasitetsutfordring fordi det krever mye kompetanse og personale å forvalte så store summer. Vi har mye IKT med som kan hjelpe oss, men på et tidspunkt blir det en utfordring. Det andre jeg vil ta opp, er konfliktrelatert eierskap. Jeg hadde i forrige uke en Det andre jeg vil ta opp, er konfliktrelatert eierskap. Jeg hadde i forrige uke en interpellasjon om norsk vannbransjes kapasitet utenfor Norges grenser. Statens pensjonsfond utland har de siste årene investert stadig mer i vannrelaterte aksjer. Som representanten Snorre Serigstad Valen var inne på, er det en økt bruk av fondet som et politisk virkemiddel i utvikling, kan en si. utvikling, kan en si. Jeg synes det er en interessant utvikling og en mulighet for Norge å bidra til å bruke kapitalen fornuftig. Men det åpner også for mulige konflikter. Så langt har vannrelaterte aksjer hørt den vestlige verden til, men i stadig større grad er det slike aksjelselskap også i i afrikanske, asiatiske og søramerikanske land, der det er mer nærliggende konfliktområder. Det stiller oss og enhver aktør og eier i sånne regioner overfor nye utfordringer. Miljøkriterier har også vært nevnt i debatten så langt. Miljøkriterier har også vært nevnt i debatten så langt. Det er en utfordring som setter oss på prøve for å utvikle miljøindikatorer. Jeg synes Norges Bank og SPU så langt har gjort en bra jobb når jeg ser tilbake på de siste tre–fire års utvikling når det gjelder vannrelaterte aksjer og bærekraftig utvikling. Der har de faktisk gjort en bra jobb, og jeg skulle ønske Stortinget av og til hadde hatt samme tempo når det gjelder å utvikle miljøkriterier. Jeg tror vi skal skjele litt til den jobben som er gjort der. Når det gjelder unoterte aksjer, er det også, synes jeg, verdt å se litt på den norske forvaltningen av infrastruktur og ikke bare skjele til at vi skal investere i utlandet. Det er mer hvordan vi skal organisere dette på hjemmebane som vi bør se litt i Det er mer hvordan vi skal organisere dette på hjemmebane som vi bør se litt i sammenheng. Hvis vi skal bruke kapital på å investere i unoterte aksjer og infrastruktur utenlands, bør vi også ta med i den samme debatten hvordan vi f.eks. kan hjelpe norsk langsiktig kapital til å investere i norsk infrastruktur. Jeg vil som andre takke interpellanten for et svært godt initiativ. Som interpellanten selv påpeker, er

at vi som nasjon ville ha å rutte med da Statens pensjonsfond utland ble opprettet, og da styringsmekanismene for det fondet ble etablert. Derfor er det svært viktig at vi nå får opp og får drevet fram en debatt om de helt grunnleggende spørsmålene knyttet til dette fondet. Og det er ikke spørsmål om en kritikk av dem som har forvaltet fondet og den måten fondet har vært forvaltet på hittil det har skjedd på de premissene Stortinget har gitt. Men det er nødvendig å ta inn over seg det grunnleggende faktum at vi nå har til rådighet et internasjonalt virkemiddel som enten vi liker det eller ikke, har politisk effekt, har klimapolitisk effekt og har politisk effekt på Det er ikke spørsmål om vi skal eller ikke skal bruke Statens pensjonsfond utland som et politisk virkemiddel. Spørsmålet er: Hvilken politisk effekt ønsker vi at det fondet skal ha? Det har også en politisk effekt å bestemme seg for at man ikke vil bruke fondet aktivt i utøvelsen av norsk politikk og norske målsettinger. Så fra Miljøpartiet De Grønnes side hilser vi velkommen en debatt som i siste instans innebærer hva vi skal bruke dette fondet til, og som i første instans stiller spørsmålet: Hvordan skal vi bruke fondet? Satt litt på spissen er jo kjernespørsmålet i interpellasjonen: Er det riktig at et fagmiljø som utelukkende har sitt utspring i å drive pengepolitikk, skal være bortimot det eneste som styrer og fører kontroll med hvordan vi investerer dette enorme pengefondet? Vi vet at måten vi investerer 6 750 mrd. kr på, har en enorm klimaeffekt. Spørsmålet er: Hvordan vil vi at den klimaeffekten skal være? Vi vet at vi allerede har en rekke politiske føringer på hvordan dette fondet investeres – vi vil ikke investere i barnearbeid, vi vil ikke investere i tobakk, vi vil ikke investere i landminer. Kynisk sett kunne det antakelig vært ganske lønnsomt å gjøre alt dette, men vi har altså fattet politiske og moralsk baserte beslutninger om at dette skal vi ikke gjøre. Det er en tenking som må føres videre. Da Yngve Slyngstad, sjefen for oljefondet, om hvorvidt oljefondet burde investere i kull, tok han en liten kunstpause, og så sa han: Det må jo politikerne bestemme. Da må vi altså bestemme det. Det vi nå står overfor, er en vurdering av på den ene siden hvorvidt oljefondet utelukkende skal investeres ut fra en tradisjonell økonomisk investeringshorisont og på den andre siden om Stortinget i større grad skal ta tak i forholdet mellom hva vi bruker 6 750 – og stadig flere – mrd. kr til, og den verdenen vi ønsker at de pengene skal være investert i om 10 år, om 30 år og om 50 år. Det er et spørsmål om politiske valg, og det er et spørsmål om hvem

begge land står i stor fare for å fortsette en fossil vei og valgmulighetene er i veldig stor grad basert på hvorvidt det finnes investeringskapital for å velge fornybarveien. Dette er ett av mange eksempler hvor Statens pensjonsfond utland i vesentlig større grad kan velge en investeringsprofil som også er knyttet til de langsiktige politiske målene som Norge oppgir å ha internasjonalt, og hvor vi har et virkemiddel som vi i dag eksplisitt sier at vi ikke vil bruke. Det er den typen problemstillinger som jeg er glad for at interpellanten i hvert fall legger opp til at vi etter hvert kan få en diskusjon om, med å starte med å diskutere i større grad hvem som skal føre kontrollen, og hvordan vi skal gjøre det. Vi ser fram til fortsettelsen av denne debatten.

Alle innleggene har vært med og støttet opp om det store målet, som både jeg og finansministeren var inne på, om beste internasjonale praksis. Det krever noe av Stortinget. Det krever noe av regjeringa, og det krever noe av Norges Bank, at en hele tiden forbedrer seg og deltar i den løpende debatten. Representanten Serigstad Valen var inne på noe viktig, dette med ulovlig kapitalflyt. Venstre og representanten Kjenseth var inne på dette med veksten i fondet, ikke minst de konfliktrelaterte eierskapene, og representanten Hansson var inne på dette med veivalg og klimaaspekt. Jeg er enig i konfliktrelaterte eierskapene, og representanten Hansson var inne på dette med veivalg og klimaaspekt. Jeg er enig i det som ble sagt i alle disse innleggene. De er alle viktige tilleggselementer i denne debatten. For å oppklare for representanten jeg mente med en helhetlig gjennomgang, og om det betydde en helhetlig endring. Jeg skal gjerne utdype det. Det jeg ser for meg, er at vi må ha en gjennomgang utover stortingsmeldingen. Det har vi gjort flere ganger før, f.eks. i forbindelse med etikkarbeidet, at en har hatt utredninger som har vært en del av det grunnlaget som har blitt senere stortingsmeldinger. Det som jeg mener er essensen i det hele, er at vi nå må stoppe litt opp, se på denne men selvfølgelig vil vi se på hva som kommer i meldingen, og komme tilbake til det da og formulere noe i den forbindelse. Jeg vil igjen takke finansministeren for svaret, jeg håper at Finansdepartementet ser at denne debatten kan være et startskudd for en prosess som det virker som det er stor enighet om. Som sagt, tidligere merket jeg meg at finansministeren merket seg at en skulle se på dette i meldingen, så vi er spent på hva som kommer der. Jeg ønsker uansett å ta med meg de ulike elementene som har kommet fram i debatten, til behandlingen av stortingsmeldingen, som blir om bare noen måneder. måneder. Etter å ha lyttet til de ulike innleggene er jeg styrket i troen på at vi kan finne en felles formulering å samles om, slik at vi kan se konkrete resultater av denne debatten allerede senere i

norsk forvaltning av infrastruktur og unoterte ble tatt opp i fjorårets melding. Da fikk regjeringen tilslutning til at vi skulle i gang med en utredning også av det spørsmålet for SPN sin del. Det arbeidet er godt i gang. Noen få refleksjoner rundt noen av de spørsmålene som representanten Serigstad Valen var innom: Det er jo slik at selv om man ikke nødvendigvis knytter en del av de problemstillingene til forvaltningen av fondet, er det viktige spørsmål som representanten Serigstad Valen tar opp. Det gjøres nå et bredt stykke arbeid fra norske myndigheters side så vel som på den internasjonale arenaen knyttet til å bekjempe korrupsjon, skatteunndragelse, hvitvasking og flere andre problemfylte spørsmål. Det gjøres gjennom at regjeringen nylig har satt ned et hvitvaskingsutvalg, noe som er viktig. Det gjøres gjennom det såkalte BEPS-arbeidet, Base Erosion and Profit Shifting, som pågår med full kraft internasjonalt. Det handler selvfølgelig også om nylig inngåtte avtaler om internasjonal skatteinformasjonsutveksling. Mye av dette arbeidet vil være viktig for gradvis å gradvis å evne å bekjempe skatteunndragelser og korrupsjon, som er globale problem, og som i første rekke gjøres gjennom effektive virkemidler fra myndighetenes side. Men så er det heller ingen tvil om at fondet særlig gjennom eierskapsutøvelsen også gjør et viktig stykke arbeid knyttet til dette og andre spørsmål som er trukket opp av Stortinget gjennom de retningslinjer fondet skal være forvaltet basert på. Det var gjenstand for mye diskusjon under høringen som finanskomiteen hadde om meldingen i fjor, hvor særlig spørsmål om eierskapsutøvelse ble viet mye tid. Det er viktig, for det er et av de fremste verktøyene vi har, og fondet har, for å bidra i ulike selskaper rundt omkring i verden. Alt i alt oppfatter jeg at denne interpellasjonsdebatten understreker den brede enigheten som ligger rundt hovedtrekkene i forvaltningen av fondet, men at vi løpende, hele tiden, fortsetter det som har vært grunnlaget – bygge sten på sten og videreutvikle. Jeg vil takke interpellanten nok en gang for å ha satt et viktig spørsmål på dagsordenen. Da er debatten i sak nr. 1 avsluttet. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

men er det eigentleg å styrkja konkurransen dei føreslår i dette forslaget? Svaret er nei. Faktum er at sidan 2006 og fram til no har Tine sin marknadsdominans auka. I dag står dei for 98,5 pst. av kapitalinvesteringane i meierisektoren. Det er gode utgreiingar frå Norges Handelshøyskole gjorde av professorar som konkluderer med manglande konkurranse og at aktørane ikkje får tilgang til mjølk som råvare på like vilkår. Det betyr at Tine sine konkurrentar får betydeleg høgare kostnader. Slik eg oppfattar Arbeidarpartiet sitt forslag, ønskjer dei ikkje ytterlegare konkurranse, slik at fleire aktørar kan etablera seg i konkurransen om å produsera meierivarer, slik Q-meieria og Synnøve Finden gjer. Arbeidarpartiet vil bevara eit sterkt Dei ønskjer berre at det er dei eksisterande aktørane som skal ha lik tilgang på økonomisk støtte gjennom prisutjamningsordninga. Å sikra ein verksam, reell og god konkurranse i foredlingsindustrien for norske produsentar som baserer seg på bruk av norske råvarer, saman med eit sterkt landbrukssamverke, er ei krevjande oppgåve. Det er akkurat derfor tiltaka frå 2007 som Stoltenberg-regjeringa innførte, ikkje er Noko av utfordringane i meieribransjen er eigentleg at det ikkje eksisterer nokon verksam konkurranse i det heile. Det er ikkje mogleg for nye aktørar å sleppa til. Staten med Arbeidarpartiet i spissen kjøpte seg på ein måte ein sånn konkurransesituasjon då dei innførte denne støtteordninga, slik at Q-meieria og Synnøve Finden vart verande i Eg er litt undrande til at Arbeidarpartiet ikkje er med på ein merknad om at regjeringa skal vurdera om Landbruksdirektoratet si oppgåve med å overvake om aktørane får like råvareprisar, er nådd. Eg synest rett og slett det er rart når dei fremjar eit forslag om å betra konkurransen i meierimarknaden, at dei ikkje er med og ønskjer å vurdera om prissetjinga er rett. For Høgre er det viktig Så har eg inntrykk av at Arbeidarpartiet har skifta litt meining i prosessen etter Dokument 8-forslaget. Arbeidarpartiet har ikkje valt å støtta ein merknad om at konkurransen i meierisektoren er gjennomgåande svak, trass i Tine sin marknadsdominans, og at det er påvist at prisane er feil. Men no har dei skifta litt fokus og retta fokus mot utlandet, og meiner at norsk mjølke- og meieriindustri si konkurransekraft overfor utlandet må som eigentleg forslaget til Arbeidarpartiet gjer. Det er nemleg slik at skal ein styrkja konkurransekrafta overfor utlandet, har ein to moglegheiter: Den eine er å redusera kostnadene innanlands. Den andre er å byggja store tollbarrierar og tollmurar overfor utlandet, slik at utlendingane ikkje kjem inn til Noreg. Det kan umogleg Arbeidarpartiet stå for. Det er iallfall ikkje det dei frontar i EØS- og i EFTA-møta som me er på, då dei ønskjer å få meir frihandel og auka handel med Europa. Det å redusera kostnadene er heller ikkje enkelt med Arbeidarpartiet sitt forslag, då dei ønskjer å stimulera dei konkurransepolitiske verkemidla med auka bruk av subsidiar. Dette vil medføra at prisane på meieriprodukt må opp, fordi dei er finansierte ved avgifter på nokre varer og tilskot på andre element innanfor landbruksoppgjeret. Med andre gjev høgare kostnader totalt sett og ikkje lågare. Uansett korleis Arbeidarpartiet vil vri og venda på dette i dag, er denne problemstillinga slik at det ikkje er mogleg å gjennomføra så veldig mykje betre konkurranse i meierisektoren med det Dokument 8-forslaget som Arbeidarpartiet har

med en gang – at Arbeiderpartiet er en tydelig tilhenger av mange av de samvirkeinstitusjonene vi har i norsk matproduksjon. Vi mener i så måte at samvirket knyttet til meieribransjen i veldig stor grad har gavnet norske forbrukere, men også gavnet norsk distrikts- og jordbrukspolitikk. Likevel er det et forslag hvor vi åpner opp for og nettopp har en gjennomgang for å se om den ønskede konkurransen, som også Arbeiderpartiet bidro til for noen år tilbake, fungerer godt nok. Vi mener det er sentralt først og fremst fordi forbrukerne nyter godt av at man har en viss grad av konkurranse også på dette feltet, men også fordi legitimiteten til samvirkene står seg best ved at man faktisk har en viss konkurranse. Jeg mener mye av det som har skjedd på meierisektoren i løpet av de siste årene, i så måte har bidratt til det. Det har vært avgjørende for oss å be om en slik gjennomgang uten å konkludere på om konkurranseforholdene er slik eller slik, noe jeg oppfatter saksordføreren inviterer til. så måte har bidratt til det. Det har vært avgjørende for oss å be om en slik gjennomgang uten å konkludere på om konkurranseforholdene er slik eller slik, noe jeg oppfatter saksordføreren inviterer til. Det har vært avgjørende at en slik gjennomgang nettopp skal ha for øye at en sikrer forbrukerne tilgang på meieriprodukter over hele landet og til samme pris. Det har vært avgjørende at man sikrer en robust og langsiktig i foredlingsindustrien for norske produsenter som baserer seg på norske råvarer. For meg er det litt underlig at regjeringspartiene ved denne anledning velger en mer polemisk vinkling på debatten når man ser at her ville man ved en slik gjennomgang kanskje også en sjelden gang kunne få flertall for tiltak som ville være viktig for nettopp å sikre de hensynene jeg nå har vært gjennom. Så er det også riktig, som saksordføreren var inne på, at mye av det som har skjedd i løpet av kanskje særlig de siste to årene når det gjelder de internasjonale konkurranseforholdene, også taler for en slik gjennomgang. Når det gjelder konkurranse for meieriprodukter i det norske markedet, har utviklinga gått i retning av et stadig større innslag av importerte produkter. Denne utviklinga ble nylig bekreftet i en rapport fra – de siste ti årenes utvikling har endret Norges stilling fra å være nettoeksportør til å bli en nettoimportør av meieriprodukter. Det må vi ta inn over oss. Og vi må bruke de politiske virkemidler vi har tilgjengelig, slik at norsk melk har tilstrekkelig konkurransekraft på hjemmemarkedet. Gjennom handelspolitikken har vi åpnet for tollfri importkvoter samt at vi har åpnet for importkonkurranse på en del bearbeidede meierivarer og ulike næringsmidler fra EU. Da er det viktig at vi sikrer norsk melk konkurransekraft på nettopp disse områdene. På meieriområdet er det også en utfordring at det også er vekst i import av produkter utover kvotene og av bearbeidede produkter utover det vi har åpnet for. Dette kan på sikt medføre